Fra Statsministerens kontor foreligger følgende brev til Stortinget, datert 27. september 2013: «I statsråd for H.M. Kongen holdt på Oslo slott 27. september 2013 kl. 11.00 er bestemt: Statssekretær Tone-Helen Toften gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Rigmor Aasrud med virkning fra og med 1. oktober 2013. Statssekretær Geir Pollestad gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Marit Arnstad med virkning fra og med 1. oktober 2013. Statssekretær Kjersti Stenseng gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Hadia Tajik med virkning fra og med 1. oktober 2013.» Presidenten foreslår at det refererte brevet vedlegges protokollen – og anser det som vedtatt. Det vil bli foretatt navneopprop av representantene. Presidenten gjør oppmerksom på at første representant for hvert valgdistrikt skal levere fullmakten fra riksvalgstyret til presidenten etter hvert som de blir

foreslå at den sist benyttede forretningsorden, med de endringer som ble vedtatt av Stortinget 16. mai 2013, gjøres gjeldende. – Det anses vedtatt. Det foreligger en rekke permisjonssøknader: – fra representantene Karin Andersen, Jan Arild Ellingsen, Bjørn Lødemel, Kåre Simensen, Lene Vågslid og Anders B. Werp om oktober til og med 18. oktober – alle for å delta i De forente nasjoners 68. ordinære generalforsamling i New York – fra representanten Kirsti Bergstø om foreldrepermisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med utløpet av vårsesjonen Disse søknadene foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt. Fra første vararepresentant for Nordland fylke, Dagfinn Henrik Olsen, foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Jan søknaden foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt. Følgende vararepresentanter foreslås innkalt for å møte i permisjonstiden slik: For Buskerud fylke: Christopher Wand 1.–14. oktober For Finnmark fylke: Ingalill Olsen 1.–14. oktober og Johnny Ingebrigtsen 1. oktober og ut vårsesjonen For Hedmark fylke: Bersvend Salbu 1.–14. oktober For Nordland fylke: Greta Johanne Solfall 1.–14. oktober For Sogn og Fjordane fylke: Bjørn Erik Hollevik 1.–14. oktober For Telemark fylke: Lise Wiik 1.–14. oktober – Det anses vedtatt. Christopher Wand, Ingalill Olsen, Johnny Ingebrigtsen, Greta Johanne Solfall, Bersvend Salbu, Bjørn Erik Hollevik og Lise Wiik er til stede og vil ta sete. Det skal så velges fullmaktskomité. De foreslåtte medlemmer av fullmaktskomiteen er utpekt av gruppene, og forslaget er omdelt på representantenes plasser i salen. Dersom ingen har noe å innvende, voteres det på vanlig måte. I tilfelle avvikende forslag framsettes, benyttes skriftlig votering. Det utlagte forslaget vil da bli benyttet som stemmeseddel. – Ingen innvendinger er kommet mot denne framgangsmåten, og den foreslåtte framgangsmåte vil bli fulgt.

om å tre sammen umiddelbart etter at dette møtet er hevet. Komiteens møte vil bli holdt på møterom S-407. Ønsker noen ordet før møtet heves?